mellom poliklinikkane på sjukehus og avtalespesialistane. Spørsmålet som blir stilt, er om Regjeringa vil bidra til å få fram slike tal for å få meir pasientbehandling til ein lågare kostnad ved auka bruk av

Til sammen er det nå over 250 000 som ved utgangen av 2009 venter på behandling i spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialistene i somatiske fag utfører en tredjedel av alle polikliniske konsultasjoner. Avtalepsykiatere og psykologer samlet utfører en fjerdedel av alle polikliniske konsultasjoner, samtidig som antall spesialister i selvstendig praksis kun utgjør 9 pst. av det totale antall legespesialister. Disse overordnede tallene er så tydelige at det ikke er tvil om at dette er en meget effektiv del av helsevesenet vårt. Grunnlagstall for Helse Nord fra 2004 underbygger dette. De viser at utgiftene til avtalespesialistene – summen av driftstilskudd og refusjon fra folketrygden – på det tidspunktet utgjorde 1,4 pst. av totalkostnadene, mens avtalespesialistene utførte hele 24,5 pst. av antall polikliniske konsultasjoner og dagkonsultasjoner. Alt tyder også på at kvaliteten gjennomgående er god. Fra Norsk pasientskadeerstatning rapporteres det om svært få klagesaker, og avtalespesialistene har i gjennomsnitt 1,8 konsultasjoner pr. pasient mot 2,4 i helseforetakenes poliklinikker. Kanskje skyldes dette at hos avtalespesialistene ser pasienten den samme erfarne spesialisten hver gang, mens i helseforetakene kan det være nye personer ved hver enkelt konsultasjon. Så kan det selvsagt hevdes at avtalespesialistene møter friskere pasienter enn man gjør ved helseforetakenes poliklinikker. Helse Midt-Norge har laget en rapport om avtalespesialistene som heter «Kritisk. Kompetent. Konstruktiv.». Fagsjef i Helse Midt-Norge, Inge Romslo, gjennomførte i perioden 2005–2006 besøk til samtlige 160 praktiserende spesialister med driftsavtale med Helse Midt-Norge. Rapporten fastslår: Pasientene som behandles, har diagnoser og problemstillinger som i all hovedsak sammenfaller med det man finner ved offentlige poliklinikker. Kvaliteten på behandlingen som gis, målt i pasienttilfredshet, rapportering til Norsk pasientskadeerstatning og klagesaker til Helsetilsynet, tyder på at behandlingen holder minst samme kvalitetsnivå som tilbudet i de offentlige poliklinikkene. Antall konsultasjoner pr. legeårsverk i somatikk i sykehus har i perioden 1996–2006 vært nesten helt uendret – fra 2,38 til 2,1 konsultasjoner pr. dag/pr. årsverk. Hos avtalespesialistene er det tilsvarende tallet i 2006 Hos avtalespesialistene er det tilsvarende tallet i 2006 13,9. Det er seks ganger flere pasienter pr. årsverk hos avtalespesialistene enn det en finner i de offentlige poliklinikkene – dette til tross for at også tall fra SAMDATA for 2005 og fra Nav i 2006 underbygger konklusjonen fra Helse Midt-Norge om at pasientsammensetningen er tilnærmet den samme. Det er derfor helt åpenbart at behandling av samme pasient med samme helsetilstand på sykehuspoliklinikk er betydelig mer kostbar enn hos en avtalespesialist. Dette gir stor mulighet til å utnytte helsekronene på en bedre måte og samtidig redusere ventelistene og ventetidene for pasientene. Vi ser at antall årsverk for avtalespesialister har ligget stabilt på rundt 730 i mange år. Det er helseforetakenes ansvar å opprette og forvalte de hjemlene som er knyttet opp mot avtalespesialister. Det er ikke noe i helseforetakenes planer for 2010 som ser ut til å endre på dette. I 2009 opprettet Helse Sør-Øst hele én ny avtalehjemmel. Her er det åpenbart at en har mulighet til å organisere de helsetjenestene som ikke helseforetakene benytter.

om de overordnede tallene er klare når det gjelder effektivitet, så er det behov for bedre sammelignbar statistikk mellom offentlige poliklinikker og private spesialister – ikke minst vil det være nyttig for helseforetakene i deres arbeid. Arbeidet til avtalespesialistene vil også kunne være et nyttig korrektiv til det offentlige helsevesenet. Det er også behov for en bedre informasjon om avtalespesialistenes arbeid og tilbud. Høyre mener vi må få fram ventelistetall, kvalitetsmål og informasjon om hvilke områder avtalespesialistene spesielt jobber innenfor. Dette vil hjelpe pasienten og fastlegen i arbeidet med å velge spesialist. Stortinget grep inn og sikret avtalespesialistene såkalte K-takster på enkelte områder i 1999. Det har vært en suksess, men det er også begrensende fordi de er knyttet opp til spesifikke diagnoser. Høyre mener det er behov for å innføre ISF-finansiering på linje med det de har i de offentlige poliklinikkene, også for avtalespesialistene. Først da kan vi få en skikkelig effekt og kunne utnytte en stor ubrukt ressurs i helsetjenesten. Pasienten vil også få et bedre tilbud gjennom at flere prosedyrer kan gjennomføres samtidig. Det blir også lettere å sammenligne tall fra privat og offentlig virksomhet. Dette vil ikke minst være viktig for offentlig poliklinisk virksomhet som da vil ha et bedre

at foretakene har behov for denne behandlingen for å utdanne nye spesialister. Men avtalespesialistene har jo lenge ønsket seg muligheten for å ha utdanningskandidater. Dette tror jeg vil styrke utdannelsen. Kandidatene får være sammen med en spesialist – og samme spesialist – over lengre tid. En får konsentrere seg om å lære faget, og en får delta i mange hyppige like et opphold på et halvt års tid, som har vært avtalespesialistenes forslag, innebære en veldig god trening for utdanningskandidatene. Jeg er derfor spent på å høre om helseministeren vil bidra til at helseforetakene får et bedre beslutningsgrunnlag for å utvide antallet avtalespesialister, innføre ISF-refusjon for avtalespesialister på linje med de offentlige poliklinikkene, etablere utdanningsordninger hos avtalespesialistene, og ikke minst sørge for at det blir etablert flere avtalehjemler, slik at en kan få et mer effektivt helsevesen med kortere ventetider for pasientene

Det er en klar forventning om at ventetidene for diagnostisering og behandling skal reduseres. Det er også et politisk mål at kapasiteten i de offentlige sykehusene skal utnyttes, men at private skal benyttes der det kan bidra til å redusere ventetidene. Vi vet at om lag 85 pst. av pasientene som er henvist til spesialisthelsetjenesten, venter Det er min oppfatning at avtalespesialistene kan være viktige aktører i arbeidet med å få ned ventetidene til poliklinikkene. Avtalespesialistene er en verdifull ressurs i spesialisthelsetjenesten som vi skal beholde og videreutvikle. I Nasjonal helseplan for 2007–2010 varslet Regjeringen et arbeid med sikte på å endre rammebetingelsene for avtalespesialistene. Målet var å integrere avtalespesialistene i de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar på en bedre måte. Avtalespesialistene utgjør i sum en stor aktør i den offentlige helsetjenesten. I 2008 sto denne gruppen for 1 170 årsverk. Halvparten av årsverkene var innen somatiske fagfelt og halvparten innen psykisk helsevern – fordelt på psykiatere og spesialister i klinisk psykologi. I 2007 utførte somatiske legespesialister omkring 2,1 millioner polikliniske konsultasjoner – eller 35 pst. av all poliklinisk aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste det året. Også innen psykisk helsevern bidrar avtalespesialistene betydelig. Vi arbeider nå med å videreføre og bygge ut ordningen med avtalespesialister. Det er til dels store geografiske forskjeller i bruk av polikliniske tjenester, og enkelte tjenester kunne vært bedre utbygd for å dekke behovet i regionene og på nasjonalt nivå. Den kommende økningen i antall eldre og behovet for sammenhengende helsetjenester til store pasientgrupper vil stille nye krav til dimensjonering og organisering av tjenesten. Medisinsk og teknologisk utvikling vil trolig gjøre det mulig å utføre enda flere tjenester utenfor sykehusene, og avtalespesialistenes rolle vil kunne bli mer sentral. Samhandlingsreformens budskap om større omfang av desentraliserte tjenester underbygger dette. I februar i år besøkte jeg en gruppepraksis i Oslo, bestående av tre avtalespesialister innenfor øre-nese-hals. Avtalespesialistene er effektive og har mange konsultasjoner og operasjoner pr. dag. Videre er en spesialistpraksis tilgjengelig på en annen måte enn poliklinikkene ved sykehusene. Det er helt klart at denne formen å organisere tjenesten på kan ha mange fordeler. Interpellanten peker på at de regionale helseforetakene ikke øker bruken av avtalespesialister. Det er riktig at det fra 2002 – da de regionale helseforetakene fikk sørge for-ansvaret for spesialisthelsetjenesten – og frem til i dag knapt har vært endring på dette området. Bildet er særlig tydelig dersom man sammenligner med årsverksveksten ved årsverksveksten ved helseforetakene. Utfordringen blir da hvordan vi kan legge til rette for at denne delen av spesialisthelsetjenesten utnyttes mer og bedre. Slik jeg ser det, kan denne utfordringen møtes ved å få på plass rammebetingelser for avtalespesialistene – slik det er varslet i Nasjonal helseplan. På den måten vil denne gruppen bli en mer attraktiv samarbeidspartner for de regionale helseforetakene når de skal løse den helsepolitiske bestillingen. Vi arbeider med dette og ser nærmere på en modell der tankegangen er å knytte avtalespesialistene tettere mot de regionale helseforetakene. I dagens system mottar avtalespesialistene et driftstilskudd fra regionale helseforetak og refusjonstakster fra folketrygden. Jeg vil vurdere å la regionale helseforetak få større ansvar for utviklingen av takstsystemet, slik at disse i større grad enn i dag kan målrettes prioritert Som helseminister er jeg opptatt av å utnytte ressursene best mulig. Det kan være store fordeler knyttet til avtalespesialistene, ikke minst når det gjelder effektivitet. Ser man på den polikliniske pasientbehandlingen isolert, er det mange likheter mellom det som skjer hos en avtalespesialist, og det som skjer ved en poliklinikk ved et sykehus. Men vi må ikke glemme at legene som driver poliklinisk behandling ved et sykehus, også behandler innlagte pasienter. Videre har sykehusene oppgaver og funksjoner som avtalespesialistene ikke har. Eksempler på dette er beredskap, vakt og utdanning av både pårørende og helsepersonell. Forskjell i oppgaver og funksjoner gjør det vanskelig å sammenlikne aktiviteten hos avtalespesialistene og aktiviteten ved sykehusenes poliklinikker.

Utdanningssituasjonen i enkelte spesialiteter er under press, og det er mangel på praksisplasser for å fullføre spesialistutdanningen. Per dags dato er det ikke anledning til å ha utdanningskandidater i privat praksis. Jeg har fått et forslag på mitt bord, og Regjeringen vil vurdere endringer som må til for å få dette på plass. Regjeringen mener at avtalespesialistene er en viktig Vi arbeider med å endre rammebetingelsene slik at det skal legges til rette for å videreutvikle avtalespesialistene som en effektiv og viktig del av

mange gode argumenter for hvorfor en bør utvide antallet avtalespesialisthjemler og utvide aktiviteten hos avtalespesialistene, ikke minst, som statsråden var inne på, i forhold til de utfordringer vi står overfor framover, med en økende andel eldre mennesker i befolkningen, og knyttet opp mot den medisinske utviklingen som tilsier at flere og av de inngrepene som skjer på sykehusene, kan skje i poliklinikkene. Da er det også oppsiktsvekkende at konklusjonen på dette blir å gi helseforetakene større styring over de private avtalespesialistene. Det er, etter min oppfatning, en oppskrift på å gå stikk motsatt vei. Som jeg sa i mitt innlegg, og som statsråden også bekreftet, er nettopp en av hovedutfordringene med dagens modell at helseforetakene i svært liten grad har utvidet antallet avtalehjemler og holdt nivået på aktiviteten hos avtalespesialistene nede på det nivået det var på da de overtok ansvaret. Det å da gi helseforetakene styring og kontroll med avtalespesialistene i enda større grad vil etter min oppfatning styrke bukken og vil sannsynligvis også føre til at avtalespesialistene i mindre grad enn i dag blir et korrektiv til de offentlige poliklinikkene. De argumentene som framføres, hvorfor det ikke er mulig å sammenlikne avtalespesialistene med de offentlige poliklinikkene, mener jeg at jeg tilbakeviste i mitt innlegg, og jeg viste også til undersøkelser, bl.a. fra Helse Midt-Norge selv, som tilbakeviser en del av disse innvendingene. Det betyr ikke at vi skal flytte all poliklinisk virksomhet fra de offentlige sykehusene til avtalespesialistene. Det er et godt stykke igjen før en er der, og før det eventuelt går ut over de andre tjenestene på sykehusene. Jeg tror at skal en utnytte avtalespesialistene for å få ned ventelistene, som statsråden sier hun er opptatt av, så må vi faktisk i større grad slippe avtalespesialistene fri fra helseforetakenes grep, sørge for at de får en direkte ISF, og ikke minst pålegge helseforetakene å opprette flere hjemler sånn at avtalespesialistene kan bli det helt nødvendige korrektivet til de offentlige poliklinikkene, som vi har behov

jeg er opptatt av at vi skal ha avtalespesialister, men at jeg nok har et annet utgangspunkt enn interpellanten når det gjelder å se nytten i det. For meg er det viktig at avtalespesialistene nettopp gjør den jobben de skal – nemlig å behandle pasienter. Så skal vi se hvordan de kan gjøre det i større grad, ikke minst for å få ned for å få ned ventetidene – for det å stå i kø er uheldig for dem som trenger helsevesenets hjelp. Så til dette med å være et korrektiv til det offentlige. Jeg opplever at avtalespesialistene pr. i dag lever av betydelige offentlige driftstilskudd. Da er det om å gjøre å se hvordan vi kan få brukt Selvsagt har jeg en positiv holdning til avtalespesialistene, nettopp fordi de er en viktig del av helsetjenesten. Men det er slik at vi også her må kunne etablere nasjonale systemer og la dem fungere på en god måte sammen med de regionale helseforetakene. Når det gjelder Samhandlingsreformen, er nettopp poenget at vi skal få flere spesialister ut i kommunene og ut i lokalmiljøet hvor folk bor, gjerne i komplette fagmiljøer. Dette vil ha ulike former og ulik organisering i ulike deler av landet, så også her er spesialistene viktig. Og jeg vil, som sagt, også se på hvordan vi kan integrere dette med utdanning, fordi det vil være en viktig del av fremtiden når det gjelder samhandlingen med

Norge. Det er derfor svært bekymringsfullt at Regjeringen gjennom Soria Moria-erklæringen har satt seg som mål å holde bruken på nivået 2002–2005. Det betyr jo i praksis en reduksjon. Signalene som nå kommer, viser at ventelistene igjen er i ferd med å de har gjort kontinuerlig etter at den rød-grønne regjeringen overtok. På tross av dette har Regjeringen lagt opp til en politikk for å stramme inn på de mulighetene som private avtalespesialister har til å utnytte sin svært effektive kapasitet. Det jeg tidligere har omtalt som Regjeringens privatallergi – for jeg oppfatter det faktisk slik – har bare én konsekvens, og det er at pasientene er taperne. Vi ser at vi har endeløse køer – i hvert fall oppfattes de som endeløse av dem som står i disse køene – og som statsråden helt riktig var innom, har de faktisk økt mer enn til og med forventet fra 2008 til 2009. 2009. Resultatet av det er jo – og jeg antar at det ikke er tilsiktet politikk fra Regjeringens side – at vi i dag i større og større grad får et samfunn hvor de som har råd til det, kan kjøpe seg ut av køer i Norge. Ingen partier i denne salen ønsker at et slikt system skal utvikle seg, men allikevel blir det altså konsekvensen av den politikk Regjeringen fører.

på mellom 20 000 og 25 000 ytterligere konsultasjoner for å få ned køen, og avtalespesialistene bekreftet selv på høringer at de hadde kapasitet til og muligheter for å øke ytterligere. Den ledige kapasiteten finnes faktisk i tillegg i det offentlige helsevesenet. Det er altså snakk om å være villig til å ta i bruk den kapasiteten som allerede er der, både i det offentlige og, ikke minst, blant de private avtalespesialistene. Sist jeg sjekket, sto 262 000 mennesker i kø, og det tallet er økende – med andre ord, det er stadig økende og lengre helsekøer, og med det også lengre ventetider. Dette er et paradoks for meg når vi samtidig vet at det er ledig kapasitet i privat sektor. Vi skal også huske på at avtalespesialistene er en utviklende kraft for medisinen som fag. Ved at man nærmest bruker samlebåndprinsippet for å behandle pasienter – gjøre ting om igjen og om igjen, og spesialisere seg på det – bidrar man til å bli mer effektiv og til å bringe medisinen videre. Det skjer også i offentlig sektor, og nettopp derfor synes jeg ikke man skal være så redd for at de private bidrar med dette. De spesialiserer seg og bidrar også til spesialiseringen i helsevesenet generelt. Det er riktig som statsråden sier, at selvfølgelig har spesialistene i offentlig helsesektor også andre arbeidsoppgaver, men det går det an å korrigere for. Når det er ledig kapasitet, ledige muligheter, skal vi vite å benytte oss av det. Så jeg må stille meg spørsmålet: Hva er Regjeringen redd for? Er det kunnskapen? Er man redd for å hente fram disse tallene? Jeg er overbevist om at private avtalespesialister kan bidra til å løse det problemet norsk helsevesen står overfor, nemlig å få ned køene, og da skal vi vite å benytte oss av

når de skulle videresende sine pasienter. De opplevde å få rask tilbakemelding – det er også kø hos enkelte, selvfølgelig – og god dialog. De følte at de ble fulgt opp, og de visste at når de tok kontakt den veien, fungerte det mye bedre enn f.eks. når de tok kontakt med sykehusene. Men vi fikk også følgende varsko: Svært få av helseforetakene hadde i sine langtidsplaner frem mot 2020 i det hele tatt problematisert, tatt opp eller sett på utviklingen med tanke på avtalespesialistene. Vi trakk da den veldig klare konklusjonen at her er det noe feil, for selv om sørge for-ansvaret har ligget i de regionale helseforetakene, har de ikke tatt det alvorlig. De har ikke tenkt igjennom hvordan avtalespesialistenes rolle skal være i det videre helsesystemet. Det er et alvorlig tankekors når så mye makt er lagt til de regionale helseforetakene. Jeg mener at avtalespesialistene, som jeg hørte at også statsråden var opptatt av, egentlig passer inn i den nye måten å tenke helsepolitikk på: mer behandling utenfor sykehusene, nærmere folk. Og jeg er garantert sikker på at det er enklere å få frem avtaler med avtalespesialister, hvor de også kan bevege seg noe, enn det det for øyeblikket ser ut til å være med en del sykehusleger. Det burde altså være et funn å satse systematisk på å utvikle avtalespesialistfunksjonene fremover. Vi ser, helt uavhengig av Samhandlingsreformen, at det er dukket opp såkalte i privat regi, i form av at fastleger og avtalespesialister har samlokalisert seg for å få et godt faglig miljø rundt omkring i mange kommuner. De klarer å få til mye av det som man ønsker å få til også i kommunal regi. Derfor er det viktig at de regionale helseforetakene har en plan for hvordan de utvikler og øker antall avtalehjemler. Dette tar jo sin tid. Mange av avtalespesialistene er de som er mest de som er mest erfarne, de som har vært med lengst, de som virkelig kan fagfeltet sitt. Du tar ikke en nyutdannet lege og gjør til avtalespesialist. Nei, det er ofte en med lang praksis fra sykehus som går inn i den type jobb. Derfor trenger vi altså å tenke gjennom hvordan dette planmessig skal skje. Jeg og Høyre mener at det i løpet av de neste ti årene sannsynligvis er behov for å øke antall hjemler med 20–30 pst., også for å få inn en del nye

Det er ikke så rart, fordi man ofte er seg selv nærmest, og slik er det også i helsevesenet. Jeg ser ingen grunn til at ikke avtalespesialistene kan følge opp pårørende. Jeg ser ingen grunn til at ikke avtalespesialister kan gjøre mer enn det de gjør i dag, gjøre mye av det arbeidet som i dag foregår i poliklinisk behandling på et sykehus. Det som er viktig, er å sørge for at vi får en kvalitetsoppfølging av det arbeidet som skjer, at vi utvikler ordningen med avtalespesialister, og at vi sørger for at det brer om seg i en større del av samfunnet. For det er fortsatt slik at det er geografisk konsentrasjon som gjør at dette virkemiddelet ikke er like lett å ty til i alle deler av landet. Sist, men ikke minst, har jeg lyst til å si at det også er behov for å gå igjennom takstsystemet til andre som jobber i tilknytning til avtalespesialistene å se om vi f.eks. kan finne takster for noen av de spesialiserte sykepleierfunksjonene som skjer der. Av og til sender vi pasienter til de beste og mest utdannede, selv om det de egentlig trenger, er andre tiltak, fordi det ikke finnes takstsystem. Det er

men kan bli behandlet utenfor sykehus. Så langt er jeg helt enig. Men så begynner jeg å lure på hva slags organisering representantene fra Høyre tenker seg. Man sier jo her at de regionale helseforetakene ikke skal være oppdragsgivere. De skal ikke styre dette. De skal være en konkurrent. Da spør jeg meg: Hvem er det som skal ha ansvar for styring og etablering av etablering av avtalespesialister hvis det ikke er de regionale helseforetakene? De regionale helseforetakene har jo angivelig fått ansvaret. SV støttet jo ikke den reformen. Jeg skal ikke repetere det hver gang, men Høyre gjorde det. Foretakene har jo fått ansvaret for å legge til rette for den samlede spesialisthelsetjenesten ute i regionene, og avtalespesialistene er en del av det. Min opplevelse av det er at garantien for at vi skal få avtalespesialistene til å dekke hele landet, er at de blir satt i sammenheng med det totale spesialisthelsetjenestetilbudet i helseregionene. Men hvis ikke helseregionene skal ha ansvaret, hvem er det da som skal ha ansvaret for etablering av spesialister, og styring? Jeg spør: Er det det nye sykehusdirektoratet, som skal ligge sentralt i Oslo, som skal ha det ansvaret? For Høyre går jo inn for

helseforetakene. Interpellanten fremmar ein viktig interpellasjon om avtalespesialistanes plass i spesialisthelsetenesta. Ein viser til at ca. 90 pst. av ventelistene gjeld poliklinisk eller dagkirurgisk behandling. Det blir peikt på at dei regionale helseføretaka ikkje aukar bruken av avtalespesialistar for å avlasta køane til sine eigne poliklinikkar. Interpellanten meiner derfor at det er nødvendig å få samanliknbare tal som viser kostnadseffektiviteten mellom poliklinikkane på sjukehus og avtalespesialistane. Spørsmålet som blir stilt, er om Regjeringa vil bidra til å få fram slike tal for å få meir pasientbehandling til ein lågare kostnad ved auka bruk av avtalespesialistar. Eg vil understreka at avtalespesialistar gjer ein svært viktig jobb i den samla Tal viser at opptil 35 pst. av all poliklinisk aktivitet i somatisk spesialisthelseteneste blir gjort av avtalespesialistar. Dei er såleis med og bidreg til å redusera helsekøar og er eit eksempel på eit sunt samarbeid mellom det offentlege helsevesenet og det private. Vi er avhengige av avtalespesialistar for å halda ved lag og vidareutvikla ei god spesialisthelseteneste. Det kjennest derfor trygt når helse- og omsorgsministeren viser til at det no blir gjort eit arbeid for å sjå på rammevilkåra for å sikra ein meir attraktiv samarbeidspartnar for helseføretaka. Når det gjeld det å sørgja for samanliknbare tal, kan det godt henda at dette er lurt. Arbeidet som blir gjort i dei offentlege poliklinikkane og hos avtalespesialistane kan godt samanliknast, men ein må ta med i berekninga at alt ikkje er heilt Forskjellen er at avtalespesialistane har rett til å ta imot og behandla pasientar, ta eigendelar frå pasientar og få refusjon frå helseføretaka for dette, mens dei offentlege poliklinikkane har plikt til å ta imot og behandla pasientar. Såleis kan avtalespesialistane unngå dei minst kostnadseffektive pasientane og diagnosane og definera sin eigen praksis med omsyn til oppgåver, mens sjukehuspoliklinikken har alle. Da er det ikkje rart at avtalespesialistane kan innretta sin praksis meir funksjonelt. Avtalespesialistane har heller ikkje undervisningsplikt og har eit heilt anna økonomisk incitament til å behandla flest mogleg pasientar. Det er nettopp dette som krev at det framleis må vera ein balansegang mellom offentleg poliklinikkarbeid, for å ta vare på breidda og sikra sjukehusavdelinga sin kompetanse

Oppsummert meiner eg at å få meir kunnskap om pasientgrunnlag, diagnose, kvalitet og praksistype hos avtalespesialistane må vera i alles interesse. Det kan godt vera at ei auking i bruk av avtalespesialistar er fornuftig, men det er òg viktig at dette ikkje skjer Høgre kan òg ha rett i at dei regionale helseføretaka ikkje har teke sitt sørgja for-ansvar på alvor når det gjeld bruk av avtalespesialistar. Men eg trur at svaret på dette ikkje er å frigjera helseføretaka frå sitt ansvar for avtalespesialistane. Ansvaret må heller tydeleggjerast. Isolert innsatsstyrt finansiering av avtalespesialistar utan forankring i dei regionale helseføretaka si oppgåve vil etter mitt syn vera feil veg å gå. Dette er

det må gå klare politiske beskjeder til de regionale helseforetakene om at private tjenester, som f.eks. avtalespesialistene, skal benyttes. Det er Kristelig Folkepartis klare linje at disse utgjør en svært viktig del av det totale helsetilbudet. Det handler om styringssignaler. Politisk må man ta tak i det hvis man skal gjøre noe med de lange helsekøene. Avtalespesialister er også et viktig korrektiv, som flere har nevnt, til de offentlige helsetjenestene. Oppgaver løses ulikt, og som oftest kan de løses enda bedre. Avtalespesialistene er en slags desentralisert spesialisthelsetjeneste. Ifølge Legeforeningen er ordningen i liten grad utviklet som forutsatt i 1998. Som det er påpekt, er det nå de regionale helseforetakene som eier sykehusene, som tar beslutningen om å opprette nye avtalehjemler. Utviklingen har, som flere har sagt, stått stille etter at ordningen trådte i kraft. Da nytter det ikke å si at man skal se på saken, da må man gi klare styringssignaler. SINTEF har i flere rapporter påpekt at en rekke polikliniske tjenester utføres med en annen effektivitet, tilgjengelighet og kostnad enn i sykehusene. Som statsråden også var inne på: Avtalespesialistene har særdeles høy produksjon av helsetjenester. I 2008 utførte de på landsbasis 2,2 millioner konsultasjoner, noe som er av alle polikliniske konsultasjoner. Hos avtalespesialistene møter pasienten samme lege hver gang. Det gir kontinuitet og er nødvendig for å følge utviklingen av sykdommer. Pasienter hos avtalespesialistene rapporterer høy tilfredshet, og prislappen på behandlingen er omtrent det halve av prisen på en sykehuspoliklinikk for samme sykdom, ifølge lederen for Praktiserende Spesialisters Landsforening. Det bør komme nye rapporter som kan si noe om forholdet mellom avtalespesialistene og de offentlige sykehusene, og dette er derfor et flott initiativ fra interpellanten. Sist Stortinget tok opp avtalespesialistene i en interpellasjonsdebatt, høsten 2008, sa daværende helseminister at han ønsket å se på spesialistkandidater når det gjelder utdanning, og at avtalespesialistene kan brukes i den sammenheng. Statsråden var inne på dette. Men vi vet at behovet for bedre rekruttering lenge har vært der, og er der fortsatt. Jeg skulle ønske at statsråden kunne si noe mer konkret om dette arbeidet. Dette handler om politisk vilje. Vi har lange helsekøer, men dette kan løses. Kapasiteten er der, men det må komme et

Men det er jo ikke tilfellet, det har jo vært helt stabilt, og mitt poeng er at det er veldig langt igjen før en eventuelt er i en situasjon med de faresignalene som representantene fra regjeringspartiene trekker opp. Det er altså fryktelig mye å gå på før en er i en slik situasjon. Samtidig ville en klar utvidelse av antall avtaler innebåret at helsekøene gikk ned, pasientene fikk raskere behandling, og vi fikk mer igjen for de helsekronene som vi bevilger. Representanten Hansen fra SV etterlyser hva som er Høyres modell. For det første er det ikke riktig at Høyre stemte for de regionale helseforetakene. Høyre hadde sitt eget forslag, som ble nedstemt. Det var Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som sto for den modellen, og Høyre stemte subsidiært for den, når vår modell, der en ikke hadde regionale helseforetak, ble nedstemt. For det andre er det klart at i Høyres modell ville en hatt en bestiller–utfører-løsning. Det eksisterer ikke i dag, og når en ikke har det, må avtalene i utgangspunktet være med de regionale helseforetakene. Da er det også Høyres klare råd til helseministeren at hun må få de regionale helseforetakene til å utvide antallet avtalehjemler nettopp for å få ned sykehuskøene. Vi i den nasjonale helseplanen, nettopp fordi det å se på avtalespesialistene som en vesentlig del av en nasjonal helseplan, for å utvikle helsetjenestene våre og for å få ned sykehuskøene, er et viktig virkemiddel. Det som en ser et bilde av gjennom denne modellen som helseministeren ikke ser i sitt svar, er en ytterligere styrking av de regionale helseforetakene som helseforvaltningsorganer i Norge. Det var aldri utgangspunktet da de ble etablert. Men i større og større grad driver nå de fire regionale helseforetakene med det som kan sies å være helsepolitikk. Det betyr at om helseforetakene får et så omfattende mandat som det helseministeren antyder, kan en risikere også på dette området at avtalespesialistene får fire helt forskjellige avtaleområder, fire helt forskjellige rammebetingelser og ikke minst fire helt forskjellige helsepolitikker. Det er én ting, men det betyr også at pasientene som bor i disse fire ulike helseregionene, vil få fire helt forskjellige helsepolitikker å forholde seg til. Det er ikke bra for helsepolitikken, og det var nettopp det Høyre advarte mot da vi stemte imot de regionale

representanten Solberg veldig rett i. Så en kommentar til ventekøene. Ja, det høres veldig ille ut med 250 000 pasienter i Men spørsmålet er jo ikke hvor mange som er i kø i det offentlige helsevesenet, spørsmålet er hvor lenge de venter. Det er ventetiden vi må få ned. Vi vet at veldig mange får behandling fort, men noen venter for lenge. Det er derfor det er så viktig å få opp aktiviteten, både på sykehusene og på alle de supplement som er mulig. I den sammenheng er avtalespesialistene særdeles viktige, fordi de jo utfører 35 pst. av alle de polikliniske konsultasjonene i helsetjenesten totalt sett. Så er fordi de jo utfører 35 pst. av alle de polikliniske konsultasjonene i helsetjenesten totalt sett. Så er det slik at avtalene med avtalespesialistene er omfattende, og er mellom staten, regionale helseforetak og KS, og Den norske legeforening og også Norsk Psykologforening. Så det er omfattende avtaler. Det er altså ikke slik at det er omfattende avtaler. Det er altså ikke slik at Regjeringen ikke vil bruke avtalespesialister. Det blir på en måte helt meningsløst. De er en viktig del av det offentlige helsevesenet og kommer også til å være det i fremtiden. Som jeg også sa i innlegget mitt, vil vi se på hvordan vi kan få mer ut av de spesialistene vi har. Så må man hele tiden vurdere om det skal opprettes flere hjemler. Vi må se på dette som en del av hele og også se på hvordan vi kan få desentralisert det mer, for det er ikke tvil om at i dag er avtalespesialistene først og fremst i byene. Det vil derfor være viktig å få avtalespesialistene ut i distriktene. Dermed er sak nr. 9 ferdigbehandlet. Verdiskapingen i de maritime næringene er

som får konsekvenser for hele den maritime næringen. Bransjen opplever i praksis kontraheringsstopp, og utover i 2010 går ordrebøkene tomme i den landbaserte maritime industrien. Utfordringen er å sørge for at verfts- og utstyrsindustrien klarer å bevare kompetansen gjennom de nærmeste årene, slik at industrien er best mulig rustet til å vinne kontrakter når

Dette vil kunne medføre at den høyteknologiske innovasjon og kompetanse som en har brukt generasjoner på å bygge opp, risikerer å forvitre. Som eksempel meldte Kleven Maritime at 50 arbeidere allerede er oppsagt, og at det er fare for 150 permitteringer etter august 2010 – og det er ikke lenge til. Kristelig Folkeparti mener at mange tiltak kan vurderes. Jeg vil starte med de grunnleggende rammebetingelsene: Den maritime næringen må ha rammebetingelser som er konkurransedyktige i internasjonal sammenheng. Avskrivningssatsene for maskiner som ble midlertidig hevet fra 20 til 30 pst., må tilbake igjen til 20 pst. Det gir dårligere avskrivningssatser i Norge enn i Europa for øvrig, og det er uheldig for konkurranseevnen. Kristelig Folkeparti vil sikre og en rederiskatteordning som sikrer et fortsatt sterkt og aktivt norsk eierskap i skipsfarten. Rederinæringen og sjøfolk må ha rammevilkår som gjør dem i stand til å konkurrere på det internasjonale markedet. Når det gjelder rederiskatten, er det dessuten viktig å vurdere på hvilken måte endringer i miljøfondsandelen i rederiskatteregimet kan stimulere til nykontraheringer i de nærmeste

også i forhold til EU. GIEK skal promotere norsk eksportindustri. Det er ofte en oppfatning at enhver endring i GIEK vil koste penger. Dette er langt fra riktig. Ofte kan justeringer i nedslagsfelt og rigide bestemmelser være utløsende for konkrete kontrakter, uten at dette gir merrisiko for staten. GIEK bør gis større albuerom. Det er viktig at garantiordningene er fleksible med hensyn til utviklingen i norsk næringsliv. Tilpasning er mulig innenfor regleverket. I tillegg bør det vurderes om Eksportfinans’ låneordning kan benyttes f.eks. dersom de maritime bedriftene går inn i fornybarmarkeder som offshore vind. Det vil også være viktig å øke rammene for risikofinansiering i Innovasjon Norge. I møte med de maritime bedriftene går inn i fornybarmarkeder som offshore vind. Det vil også være viktig å øke rammene for risikofinansiering i Innovasjon Norge. I møte med næringen fikk vi høre at SkatteFUNN er et viktig virkemiddel, men det har blitt mye vanskeligere å få godkjenning. Det var i utgangspunktet en enkel og grei ordning, men i dag er det mye større krav til å skrive søknader, og budskapet var klart: Her må det forenkling til. Norsk Det er imidlertid et akutt behov for flåtefornyelse, som i neste omgang vil gi store miljøgevinster. Her har Regjeringen oppnådd resultater i samarbeid med næringen, bl.a. gjennom prosjektet NyFrakt. Men mye gjenstår. Gjennomsnittsalderen i enkelte segment er over 30 år. Rederiene har lite egenkapital, ja kanskje enkelte burde slå seg sammen. Men de trenger i alle fall hjelp til finansiering av nye fartøy. Gjennom fornying av den del av flåten som går i norsk fart, vil man oppnå en betydelig reduksjon av CO2-utslippet – opp til 20–50 pst. – og andre avgasser. Norske leverandører vil utvikle ny miljøteknologi, og norske utstyrsleverandører og verft får En styrt flåtefornying vil bidra sterkt til at Norge skal kunne nå sine mål for reduksjon av CO2-utslipp i transportsektoren innen 2020. Miljøgevinsten pr. investert krone vil være høy sammenlignet med CO2-rensing og andre tiltak. Her må Regjeringen komme på banen, for det perfekte tidspunkt for en slik flåtefornying er Rolf Fiskerstrand uttalte seg positivt i NRK om at statsråden hadde uttalt at det ville komme tiltak til våren. Nå har våren kommet, og næringen er klar! Nybyggingsprisene er gunstige for rederiene. Det er politisk klima i EU for å akseptere strakstiltak for miljøet, som også kan være med og miljøet, som også kan være med og videreføre verftsindustrien i Europa med bl.a. skrogbygging. Over 50 ferger er over 30 år, og det er kun tre–seks ferger på trappene. Dersom disse erstattes av nye ferger med gassdrift, vil det i tillegg til å være et godt bidrag til å opprettholde aktiviteten ved små og mellomstore verft ha svært positiv effekt på sikkerhet og på miljø. Gjennom Göteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til en betydelig reduksjon av NOx-utslipp. Den enkleste måten å få dette til på er innenfor skipsfarten. Med overgang til gassdrevne fartøy vil det redusere CO2-utslippet med 20 pst. og NOX-utslippet med så mye som 90 pst. Å framskynde bygging av forsvarsskip og kystvaktskip kan også avhjelpe situasjonen i maritim næring. næring. Forsvarsanskaffelser er også unntatt fra EØS-regelverket og kan derfor plasseres i norske verft. Fornying av fiskeflåten er et annet viktig tiltak som kan skape arbeidsplasser for verftene. Havfiskeflåten har ifølge Fiskebåtredernes Forbund en gjennomsnittsalder på rundt 20 år, og det er et oppdemmet behov for fornying av

For å legge til rette for fornying av flåten er det nødvendig å etablere ordninger som eventuelt styrker egenkapitalsdekningen eller reduserer kravet til egenkapital ved fornying. Fiskebåtredernes Forbund har derfor foreslått for Nærings- og handelsdepartementet at Innovasjon Norge eller annen offentlig instans får anledning til å gi ordinære 2. prioritetslån til finansiering av nybygg i fiskeflåten. Forbundet mener at inntil 20 pst. av byggesummen bør kunne gis som 2. prioritetslån, etter at ordinær bankfinansiering er på plass. En slik ordning vil relativt raskt kunne bidra til at planlagte prosjekt kan realiseres. Regjeringens strategi for den maritime næringen, «Stø kurs», ble lansert høsten 2007. Den legger vekt på at den norske maritime næringen skal være ledende på miljøområdet. Derfor må det satses på forskning og innovasjon. Jeg håper statsråden vil kommentere de foreslåtte tiltakene i mitt innlegg. For å oppsummere: Kristelig Folkepartis hovedanliggende er å få til en bred flåtefornyelse, å få på plass flere miljørettede tiltak, å sikre kompetanse gjennom etter- og videreutdanning, der fagskolene har en sentral plass, samt å sikre bedre finansierings- og garantiordninger. At dette er en viktig sak, viser jo ikke minst det faktum at en tung

Det er en næring som er svært viktig for Norge, og den rammes på en annen måte og på et annet tidspunkt enn mange andre bransjer som jo merket finanskrisen med full tyngde høsten 2008 og vinteren 2009. Etter mange år med vekst i verdenshandelen, rekordhøye fraktrater og sterk økning i verdensflåten er internasjonal skipsfart nå inne i en strukturell krise. Så det som skjer, er at vi får to ting samtidig: Vi får en naturlig avslutning av en høykonjunktur, samtidig som vi får en helt spesiell situasjon med følgene av finanskrisen, særlig når det gjelder verdenshandelen – overkapasitet på mange skipstyper og, i hvert fall en periode, strengere krav fra bankene for å finansiere nye prosjekter. Tidligere kontraheringer gjør at et stort antall nye skip vil komme på markedet i løpet av ett–to år. Det bedrer jo ikke situasjonen der det er overkapasitet, og kan føre til lavere aktivitet også ved norske verft, i tillegg til de konsekvensene det I løpet av 2009 fikk norske skipsverft totalt bare 17 nye ordrer. Det betyr at ordrebøkene blir kortere omtrent i det tempoet det tar å ferdigstille de kontraktene som ligger der. Heldigvis var 2008 og 2009 gode år for de fleste norske skipsverft, slik at man har noe å tære på, men etter hvert som 2010 går, ser vi at ordrereservene skrumper inn, selv om de fleste leverandørbedriftene kan holde et høyt aktivitetsnivå også inn i dette året. I 2010 er det ifølge Norsk Industri pr. mars rapportert om sju nye ordrer ved norske noen av disse er med forbehold om finansiering. Til tross for disse ordrene er utsiktene for norske verft fortsatt meget utfordrende. Når det gjelder offshorebedriftene, ser vi at vi i den senere tid har fått noen flere kontrakter som vil lette situasjonen noe. Den totalstoppen som det så ut til å være ved årsskiftet, har løsnet noe opp, og investeringsnivået også i 2010 ut til å holdes på et brukbart nivå. Samtidig er de nye ordrene ikke tilstrekkelig til å si at situasjonen er snudd. Fremdeles ventes det fra årsskiftet 2010/2011 at de større offshoreverkstedene har under 50 pst. kapasitetsutnyttelse. Utstyrsprodusentenes situasjon avhenger i stor grad av den internasjonale skipsbyggingsaktiviteten, da eksportandelen for disse er om lag 60–70 pst. Det er svært store konsekvenser for en del skipstyper ute, og det vil jo også ramme norske leverandørbedrifter. Risikoen for kanselleringer er også til stede. I tillegg er ordreinngangen på verdensbasis svært lav. Utstyrsleverandørene leverer til ulike tider i skipsbyggingsprosessen, og det er særlig leverandører av utstyr som skal leveres tidlig i prosessen, som nå opplever svak ordreinngang. Det vi må være forberedt på, er at dette kommer til å ramme den norske maritime klyngen. Jeg tror det er helt uunngåelig å se for seg at dette kommer til å føre til nedbemanninger, dette kommer til å føre til at enkeltbedrifter rammes tøft. Og vi må spørre: Hva kan vi gjøre for å avhjelpe situasjonen? Selvsagt er det slik at når internasjonale markeder forsvinner, kan ikke staten erstatte det, men vi kan bidra til at næringene kan omstille seg, forberede seg på nye markeder, beholde kompetansemiljøer og også selvsagt legge best mulig til rette for de enkeltmenneskene som rammes. For samtidig som vi snakker om næringer i det hele og om internasjonale markeder og finanskrisen, skal vi ikke glemme at dette dreier seg om enkeltmennesker. Det dreier seg om familier som har etablert seg, ofte på små steder, og som kan oppleve at jobben forsvinner, og det får konsekvenser ikke bare for den som er sysselsatt i bedriften dette gjelder, men for ektefelle, for barn, for hele familien. Vi har bedt både næringene selv og de ulike institusjonene og organene som departementet har – GIEK, Eksportfinans og Innovasjon Norge – om innspill til hva slags tiltak som trengs. Foreløpig har altså ordrebøkene vært brukbare ved bedriftene, men slike tiltak blir mer aktuelle etter hvert som disse ordrebøkene går tomme. Jeg tror det først og fremst er på områdene innovasjon, omstilling, nyskaping og forberedelse på nye markeder at nøkkelen ligger. Vi vet at vår maritime næring først og fremst er konkurransedyktig på å være helt i front innen teknologi, å være i front på produktivitet og å være i front når det gjelder å utvikle nye produkter som markedet vil etterspørre. Nye miljøregler, bedre bruk av energi, bedre bruk av energi, bedre tilrettelegging for nye markeder som vindmøller til havs osv. kan være områder hvor verftene kan få nye oppdrag, men hvor man må forberede seg når det gjelder både design, teknologiutvikling, ingeniørarbeid og etter hvert selve utførelsen av oppdragene. Vi har også lagt til rette ved å gjøre det enklere for bedriftene å fordele permittering på flere arbeidstakere og over lengre tidsrom. Vi har innført mer fleksible permitteringsregler, slik at flere permitterte får rett til dagpenger, og også maksimal permitteringsperiode Som et ytterligere tiltak besluttet Regjeringen i september i fjor å gjøre det lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring, med mulighet for å utvide varigheten av støtten. På lengre sikt er det også viktig at vi har gode avtaler med andre land, ikke minst handelsavtaler, slik at våre bedrifter får tilgang, det også viktig at vi har gode avtaler med andre land, ikke minst handelsavtaler, slik at våre bedrifter får tilgang, og at vi jobber for en rettferdig konkurransesituasjon for norske bedrifter. Derfor har Regjeringen, og særlig jeg, ved mange møter ute i verden tatt opp med andre land at vi ikke nå må få en negativ spiral med proteksjonisme og subsidietiltak, slik at alle til slutt blir tapere. Det har vedtatt å gjenoppta forhandlingene om en bindende internasjonal avtale for normale konkurranseforhold i verftsnæringen. Disse forhandlingene har vært stilt i bero siden 2005, men bl.a. etter et sterkt norsk påtrykk fra den norske OECD-ambassadøren og Norge har vi fått dette i gang og også fått Kina og Korea, viktige land i denne sammenhengen, med på å reforhandle avtalen. Vi vil vurdere ytterligere tiltak etter hvert som vi kartlegger situasjonen, og vi følger situasjonen for maritim næring og verftsnæringen i Norge nøye. Vi vil føre en politikk som sikrer at næringslivet er konkurransedyktig også i framtiden og kan gjennomføre den omstillingen som skal til for å vinne nye markedsandeler når konjunkturene snur.

det klamrer vi oss til. Det er ikke mangel på innspill til statsråden f.eks. i Strategisk råd, har jeg fått referert. Så her er det mange muligheter til å gripe fatt i de enkelte tiltakene. Et område som jeg har lyst til å spørre statsråden om, gjelder ordningen NyFrakt som Fraktefartøyenes Rederiforening har tatt til orde for, og som er gjennomført med støtte fra Norges forskningsråd. Resultatet er nå klart.

gjennom Innovasjon Norge f.eks., komme med en tiltakspakke for å få frakt fra land til sjø ved at nærskipsfartsflåten gjennom NyFrakt får nye skip? Det er ganske få skip som skal til, egentlig, for å komme i gang, og vi trenger låneordninger og ulike tiltak for at disse miljøvennlige skipene skal kunne bygges. Kan statsråden kommentere

på et par–tre års sikt går kurven igjen oppover. Vi kommer aldri til det nivået som vi var på i 2007 og 2008. Det tror jeg mange rederier kanskje er glad for, for da var presset på prosjektene så høyt at prisene ble veldig høye. Vi må ta tiltak som hjelper raskt. Det kan hende at det er noe på etterspørselssiden. Vi har f.eks. muligheten for å styre prosjekter til egne verft. Men på andre områder er det sånn at hvis vi stimulerer etterspørselssiden, kan de prosjektene havne helt andre steder enn i Norge. Det å bestille skip som stort sett bygges andre steder enn i Norge, er sikkert ikke den beste bruken av penger for å stimulere norske verft. Da tror jeg mer på tiltak som går på tilbudssiden, som handler om å hjelpe verftene selv til å omstille seg, til selv å finne de markedene der de har ekstra kompetanse og ekstra forutsetninger for å for å klare seg i, for å utvikle de produktene som framtiden etter hvert vil etterspørre. Da kan det absolutt hende at f.eks. en mer miljøvennlig skipsflåte, regler for det, internasjonale reguleringer som gjør at gamle skip må oppgraderes og nye skip må utvikles, nettopp kan være tiltak som hjelper norske bedrifter som teknologisk er langt framme, som tenker miljøvennlig, og som allerede har nye prosjekter på tegnebrettet sitt. Det at GE valgte å legge en del av sin europeiske forskningssatsing på vindkraft til havs til Norge, er også noe som styrker disse miljøene og forhåpentligvis kan posisjonere også produsentene, verftene og leverandørbedriftene til å få en fot innenfor det store investeringsprosjektet som både Storbritannia, Tyskland og andre land nå planlegger for vind til havs. Det kan dreie seg om selve møllene og understell til dem, men det kan også dreie seg om spesialfartøy som skal sette opp disse vindmøllene, vedlikeholde dem eller oppgradere dem. Så her må vi bare bruke all den kreative kraften som finnes i denne sterke næringen, og legge til rette for den, slik at vi beholder de sterke kompetansemiljøene som en veldig viktig næringsklynge i

Men faren er at vi nå kan bli lurt til å tro at situasjonen har bedret seg for alle, og at tiltakene ikke er nødvendige lenger. Den fellen må vi ikke gå i. For den maritime næringen trenger at vi opprettholder de offensive tiltakene vi har, og at vi kan bidra med tiltak som er spesielt rettet mot denne næringen framover. Situasjonen er ikke bare krevende nasjonalt, men internasjonal skipsfart er inne i en realøkonomisk krise, med overkapasitet i skipsfartsmarkedene. Rederiene er tilbakeholdne med å bestille nye skip, og finansinstitusjonene er, som interpellanten sa, tilbakeholdne med å finansiere nye prosjekter. Derfor er det viktig at vi opprettholder en offensiv satsing på Innovasjon Norge og GIEK, og at vi framover kan bidra med enda større fleksibilitet enn det vi gjør i dag. Årets budsjett er også en historisk satsing på forskning, noe som er svært viktig for denne næringen. I forbindelse med finanskrisen gjorde Regjeringen viktige grep rundt permitteringsreglene. Disse kom godt med ute i de ulike bedriftene. På næringskomitéreisen fikk vi i Ulstein, som det ble sagt her, fikk vi i Ulstein, som det ble sagt her, klar beskjed om at man må holde fast på denne ordningen videre, når denne næringen nå er på tur inn i økte permitteringer. Hvorfor vet vi at det kommer? Jo, siden november er det blitt bestilt 15 skip ved norske verft. Disse bestillingene gjør at fire verft forlenger sin ordrehorisont til utgangen av 2010, og to verft får forlenget ordrehorisonten utover året. Det viser at 17 verft, som tilsvarer 58 pst., er uten ordre fra årsskiftet om det ikke blir en oppsving på kontraheringene. Jeg er spesielt bekymret for økende ledighet i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, hvor 10 000 i dag er sysselsatt i skipsbyggingsindustrien. Mange har allerede startet permitteringer og oppsigelser, og man ser at det er første del av produksjonskjeden, designere og ingeniører, som rammes først. Det utgjør en stor fare for hele bransjens framtid, da det er deres kompetanse, i samarbeid med hele klyngekompetansen, som verftene bygger sine framtidsfortrinn på. Arbeiderpartiet mener videre det er svært viktig å legge til rette for bedriftsintern opplæring, slik det er gjort, og at man kan ha et fleksibelt virkemiddelapparat som kan håndtere utdanningstilbud også på høyere nivå utenfor bedriften framover. I Rogaland, hvor leverandørindustrien har blitt rammet og flere bedrifter I Rogaland, hvor leverandørindustrien har blitt rammet og flere bedrifter har stått foran planlagte oppsigelser, har Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO, NAV og flere aktører sammen vært på banen for å beholde kompetansen i fylket. har tatt tak og laget en rekke kurs innen arktisk teknologi og miljøteknologi for å hjelpe bedrifter til omstilling, samtidig som det styrker kompetansen for de ingeniørene man allerede har i dag. Jeg vet at dette er aktuelle problemstillinger også andre steder i landet hvor denne næringen nå er steder i landet hvor denne næringen nå er utsatt. Da er det viktig at Regjeringen kan sende ut signal om at virkemiddelapparatet, som har fått store økonomiske bevilgninger også i år, kan bruke sine rammer mer fleksibelt for å imøtekomme situasjonen i næringen. Det er viktig at Regjeringen og statsråden opprettholder den offensive satsingen for å holde hjulene i gang på en framtidsrettet måte, der man opprettholder satsingen overfor dem som har livets rett framover, og setter inn målrettede tiltak. Det er tiltak. Det er viktig at man har troen på det man holder på med, og det er viktig at man har en optimisme i det arbeidet som gjøres. I den forbindelse er det viktig at vi også innenfor verftsnæringen kan lære litt av idretten. I idretten er det slik at man trener for å bli vi også innenfor verftsnæringen kan lære litt av idretten. I idretten er det slik at man trener for å bli god. Man vil til enhver tid prøve å være på topp, og så får man seg av og til noen nesestyvere. Denne gangen er det markedet som har gitt oss en skikkelig kilevink, mest sannsynlig som følge av flere faktorer. Men den viktigste faktoren er nok at denne næringen, som har vært svært høyt oppe når nå har kommet i den situasjon at man har problemer med å få nye ordre til verftene. Da er det i hvert fall gledelig at Aalesunds Fotballklubb har gått opp til 1–0 over Rosenborg i kveldens kamp, så det iallfall er noe positivt akkurat nå. Så får vi se hvor lenge den positive trenden varer. Statsråden har vært veldig flink til å lytte. Statsråden har brukt tid til å sette seg inn i Det har ikke manglet på innspill til statsråden, bl.a. fra det strategiske rådet som har gitt innspill til statsråden. Men det er også viktig at vi ikke bare fokuserer på verftsnæringen. For skipsindustrien er så mye mer enn bare verftene. Næringen har en stor leverandørindustri, som har stort potensial. Den har mange underleverandører, som det også er viktig å ivareta interessene til. til. Det er også viktig å vurdere tiltak for å avhjelpe situasjonen. I den forbindelse har statsråden selv vært inne på permitteringsreglene. Da er det viktig at man ikke stopper opp og sier at nå har man kommet til et punkt, og så endrer man tilbake igjen til slik det var. For da kan man faktisk gjøre denne situasjonen verre enn den kunne blitt. Jeg vil nevne at SkatteFUNN-ordningen må opprettholdes, for den er svært viktig også for denne industrien. Jeg vil også be statsråden se på om det opprettholdes, for den er svært viktig også for denne industrien. Jeg vil også be statsråden se på om det er mulig å forbedre den biten. Jeg vil vise til at FoU – forskning og utvikling – er svært viktig, også utover det som har med SkatteFUNN å gjøre. For det er ikke alle som er store nok til å kunne gjøre seg nytte av det som har med SkatteFUNN å gjøre. En ting kan også være å se på hvilke krav vi stiller bl.a. til de skipene som seiler langs kysten vår. Det kan nemlig være mulig å se på en del krav knyttet til bruk av bl.a. gass. Muligens blir skrogene bygd i utlandet – Romania, Polen, Baltikum etc. – men da vil man i hvert fall i veldig stor grad kunne se at leverandørindustrien vår vil kunne være med på å levere nettopp til disse prosjektene. En fornyelse av fiskeflåten har også interpellanten vært inne på og tatt til orde for. Representanten Andersen Eide var i sitt innlegg inne på mange viktige punkt her. Men noe av det aller viktigste var statsråden selv inne på i sitt innlegg, og det gjelder proteksjonisme. Også i denne sal skal vi gå forsiktig fram. vi gå forsiktig fram. Vi må ikke komme i den situasjon at det faktisk blir Norge, og vi norske politikere, som tar til orde for så spesifikke tiltak at det nærmest er vi som går i fella ved å lage et proteksjonistisk system, som andre da vil kunne bruke mot oss i neste omgang. Det har blitt skapt svært store forventninger gjennom den dialogen som har vært. Vi i komiteen hørte da vi var rundt på Sunnmøre i forrige uke, om de forventningene som man nå har til statsråden og den tiltakspakken som man har hørt nyss om. Jeg håper og tror at vi i hvert fall i revidert nasjonalbudsjett får oss forelagt en tiltakspakke som nettopp setter ned foten litt og sier hvilken retning vi skal gå. Hva er det vi Hva er det vi kan forvente oss i tiden framover knyttet til forskning og utvikling, til rammebetingelser, permitteringsordninger, skatteregime etc. som skal ivareta denne industriens interesser i årene som kommer. Staten kan ikke bevilge seg ut ved å bestille skip selv. Slik fungerer det Det er kun innenfor Forsvaret og slike ting at man kan gå inn og si at dette skal bygges i Norge. Vi må ta inn over oss den internasjonale konkurransen. Men jeg håper statsråden likevel kommer med en del ting, og det forventer jeg i revidert nasjonalbudsjett, fordi man har skapt så store forventninger nå. Det var det entydige signalet til komiteen: Nå har vi hørt nok prat, nå må man komme med tiltak. Det ser jeg fram til. Det er

det kreves mer enn en debatt og at statsråd og stortingsrepresentanter reiser land og strand rundt, lytter og viser forståelse for de store utfordringene som verfts- og leverandørindustrien står overfor. Det kreves faktisk også handling fra Regjeringen. 4. desember 2009 hadde vi tilsvarende debatt i denne sal. Den gang var det Høyres representant Svein Flåtten som fremmet en interpellasjon om samme sak. Statsråden avsluttet den gang debatten med følgende ord: «Det er tydelig at det i Stortinget er en bred politisk forståelse for den alvorlige situasjonen som verfts- og leverandørindustrien kan komme i neste år, og særlig i 2011. Mange av representantene har også fått med seg mange av de gode, kreative og innovative om nye markeder, enten det dreier seg om vindmøller, miljøteknologi, spesialskip eller andre satsinger. Det er positivt, for det betyr at vi har stortingsrepresentanter som er i nær kontakt med bransjen, med bedriftene, og får gode innspill.» Under debatten uttalte statsråden også følgende: «Paradokset er at mens andre bransjer kanskje ser lyset i tunnelen og føler at man er på vei ut av

Det jeg spesielt bet meg merke i, var følgende sitat fra statsråden: «Vår oppgave er jo å sikre at dette faktisk blir en tunnel med et lys i den andre enden og ikke en sjakt hvor man er i mørket for lang, lang tid framover.» For meg hørtes det ut som om statsråden var svært så beredt – ikke bare men også til å ta nødvendige grep. Den samme følelsen har jeg fått gjennom oppslag i media, når statsråden har dratt land og strand rundt og lovet hjelp til verftene, senest i Dagens Næringsliv 29. mars og i Sunnmørsposten 30. mars. Jeg tillater meg derfor å stille statsråden spørsmål om hvilke grep han har tatt for at næringen nå skal stå bedre rustet til å se lyset i tunnelen. Jeg snakker da om tiden fra siste statsbudsjett, debatten 4. desember i fjor og fram til i dag. Hva som er gjort innenfor rammene til GIEK og Innovasjon Norge, vet vi alt om. Det er tiltak som Høyre har støttet, men det er dessverre ikke på langt nær nok. Ved næringskomiteens besøk i Møre og Romsdal var beskjeden klar fra verftsindustrien: Nå må dere sørge for at noe skjer. Så langt har det blitt mye snakk og lite handling.

Høyre mener at bedriftenes egenkapital er viktigst for å berge arbeidsplasser og kompetanse. Vi ser nå med stor bekymring på situasjonen, da det er vanskelig – for ikke å si umulig – å grave fram egenkapital der den ikke lenger finnes. I flere år med rød-grønn skatteskvis har mange bedrifter blitt tappet for egenkapital gjennom økte skatter, penger som bedriftene sårt hadde trengt nå. Resultatet av Regjeringens politikk er problemer med lånefinansiering grunnet høye krav til egenkapital. Finansieringsvansker er en av

Høyre foreslo derfor at rammen for lavrisikolån ble økt med 1 milliard kr, og at landsdekkende innovasjonslån ble økt med 300 mill. kr utover Regjeringens forslag. Høyre støttet også utviding av GIEKs rammer, samtidig som vi tok til orde for at ordningen kunne bli mer fleksibel, slik at den kunne nyttes til fornying av fiskeflåten. Det er fiskeflåten. Det er viktig å ha troen på det man holder på med, som representanten Nesvik var inne på, men overmot er farlig. Det fikk Odd erfare forrige uke da de trodde seieren var sikret med ledelse mot Rosenborg. Odd ble, som vi alle vet nå, desimert i løpet av kvelden, og det vil også Aalesunds Fotballklubb bli i kveld. Overmot var også det som skapte finanskrisen – spekulanters overmot. Den krisen som ble skapt av spekulasjonsøkonomien er ikke over. Nå rammer den industrien, og verfts- og leverandørindustrien er spesielt hardt rammet. Før finanskrisen rammet oss, hadde denne næringen gode tider. Aktiviteten lå på et uvanlig høyt nivå, noe som har blitt beskrevet godt av næringsministeren. Men overinvesteringer og finanskrise har ført til at bedriftene nå opplever en ordretørke som kan føre til oppsigelser og true mange lokalsamfunn som er helt avhengige av disse arbeidsplassene. Næringen selv regner med ny oppgang, men det kan ta tid. I mellomtiden kan vi miste arbeidsplasser i distriktene. Men ikke nok med det: Vi kan også miste sterke høyteknologiske miljøer som er viktige for videreutvikling av norsk industri. Derfor har Regjeringen satt inn tiltak for å støtte denne næringen. Og derfor er det viktig at vi overvåker utviklingen nøye, og hele tiden vurderer nye tiltak. Under finanskrisen kom leverandørindustrien til Regjeringen og ba om større rammer for GIEK. Regjeringen reagerte raskt og klarte på den måten å redde flere bedrifter fra en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det ble også satt i verk flere andre tiltak, som næringsministeren har informert godt om. Mer fleksible regler for bedriftsintern opplæring og for permittering er viktige tiltak for å holde på kompetansen i bedriftene, og det er svært viktig for industrien. I en situasjon med overkapasitet er det også viktig å vurdere behovet for radikal innovasjon og omstilling. Verfts- og leverandørindustrien er en høyteknologisk bransje med høy kompetanse på alle nivåer i organisasjonen. Denne industrien har derfor et stort potensial for å utvikle grønn teknologi og bidra til å nå våre klimamål, som vi alle setter høyt. Norsk verfts- og leverandørindustri har potensial til å bli verdensledende innen miljøvennlige skip og miljøvennlig offshore energi. Flere bedrifter har allerede i dag produkter og prosjekter innen grønn teknologi, men det er fremdeles en lang vei å gå på dette området. Det er viktig å komme i gang med denne utviklingen i en situasjon der det er overkapasitet i bransjen. Den muligheten må vi vite å bruke. En slik satsing og det offentlige virkemiddelapparatet. Her må vi både se på miljøkrav og på støttetiltak, og SV vil være en pådriver i
Norske verft, offshoreverkstader og leverandørindustrien får ein særleg krevjande situasjon framover med årsak i at ordrane no er kraftig reduserte. Senterpartiet er uroa over situasjonen. Me ser svært alvorleg på dette, og me følgjer nøye med. Næringa har vist positiv evne til å auke kapasiteten i tider då det har vore trong for det, og nettopp difor vert også lågkonjunkturen no svært merkbar. 17 av 29 norske skipsverft, 60 pst., står utan ordre frå årsskiftet 2010/2011. Berre i mitt område er det om lag

anna er Ulstein-regionen sårbar for nedgangen. Me har allereie sett at endringane vil kome. Avdelingar vert foreslått samanslegne, og det er ein fare for at delar av verkstadmiljøa forvitrar. Raknar det for Ulstein-regionen, har dette innverknad på omlandet rundt.

Når nedgangen no kjem, er det svært viktig at ein har tiltak for å bevare og behalde desse kompetansemiljøa langs kysten. Det er viktig at ein i tider med lågkonjunktur satsar på kompetanseutvikling og opplæring. Senterpartiet er difor godt nøgd med at Regjeringa i september i fjor gjorde det lettare å få støtte til bedriftsintern opplæring, vidare at det vart gjort enklare å fordele permitteringar på fleire arbeidstakarar over eit lengre tidsrom, og at maksimal permitteringsperiode vart endra frå 30 til 52 veker. Dette er positivt. Senterpartiet held kontakten med næringa, og vi lyttar med stor interesse til synspunkta og som har han på, vert det sagt. Og denne næringa har gjennom generasjonar vist å takle oppgangs- og nedgangstidene. Me har god evne til omstilling i landet. Det er eit av våre fortrinn også i denne situasjonen. Det kan sjå ut til at vi klarer oss betre gjennom finanskrisa enn dei fleste andre land. Det er positivt, men for den maritime klyngja – med skipsdesign, med skipsverfta, skipsutstyrsleverandørar og dei tilhøyrande lokalsamfunna – er tida framover meir enn spennande og utfordrande. Den vil vere krevjande, og Senterpartiet vil følgje utviklinga nøye.

så vel verftsindustrien som utstyrsleverandørindustrien ser permitteringar og oppseiingar i nær framtid. Atter ein gong ser vi at mangel på føreseielege rammevilkår rammar industriarbeidarar og forsterkar nedbygging av industriarbeidsplassar, ein trend eksempelvis industrifylket Møre og Romsdal har blitt ramma av sterkare og sterkare dei siste åra. Så ikkje nok med straumkrisa dei har hatt å stri med, der Regjeringa i fem år har vore nærmast handlingslamma, men òg det maritime clusteret er no utfordra. utfordra. Mange hadde store forventningar til den 20. konsesjonsrunde, men ei heller der klarte Regjeringa å levere anna enn utsetjing av tildelingar. Då han endeleg kom, var han nærmast kjemisk fri for jomfruelege område som kunne gitt ny aktivitet. Kva gjer så næringsministeren når deler av næringslivet ber om krisedempande tiltak? Jo, då snakkar næringsministeren varmt om FoU – forsking og utvikling – og kompetanseheving som botemiddel for Og det vil dei aller fleste gi han rett i. Men når Giske då gir eit inntrykk av at det er forskingsmidlar å få gjennom Forskingsrådet sitt BIA-program, er det direkte uheiderleg. Å forsøke å gi eit slikt inntrykk når både ordinære løyvingar og ekstramidlar frå krisepakka allereie er brukte, gir slett ikkje moglegheiter for ny maritim forsking som Det er derfor direkte provoserande for næringa når statsråden gir eit slikt inntrykk, og dei opplever at det er bråstopp fordi det ikkje er midlar til eit einaste nytt forskingsprosjekt gjennom BIA. Næringa sitt viktigaste håp no er at Regjeringa klarer å manne seg opp til å få på plass ein forvaltingsplan for Lofoten og Vesterålen. Mykje tyder på at det må eit regjeringsskifte på plass for at Nordland og Troms skal få sin rettmessige del av oljeeventyret.

denne gongen. Det er forunderleg at det blir nemnt, men det symboliserer på mange måtar den tomme verktøykassa den raud-grøne regjeringa disponerer. Signalet om 4 pst. nedgang i statsbudsjettet for komande år er ikkje lovnader som lyfter denne næringa framover. Det er

om. Det har ikke vært noen mangel på bekymringer fra benken i dag, bortsett fra hvordan det går i fotballen. Det var heller ingen mangel på bekymringer da vi møtte verftsindustrien og leverandørindustrien i Møre og Romsdal i begynnelsen av forrige uke. som undrer meg litt når jeg lytter til for så vidt både statsråden og andre talere fra regjeringspartiene, er at man snakker som om verftsindustrien i den moderne verden bare er å bygge båter, at vi kan telle opp ordrenumrene på hvor mange båter som er bygget. Slik er det jo ikke. Verftsindustrien er en betydelig leverandør til olje- og gassindustrien. I disse dager

Jeg tror faktisk, selv om avgjørelsen blir negativ, det er viktig at man bestemmer seg, for næringslivet er slik at de trenger avgjørelser. Hvis man har en regjering som sier at nei, vi skal ikke gjøre noe med dette, vi skal ikke øke aktiviteten der, forholder de seg til det og prøver å finne andre markeder. Et annet innspill som vi fikk, er å ta vare på kompetansen. Det er vel det som representanten Botten kaller «å holde hjulene i gang på en framtidsrettet måte». måte». Da er det viktig at dette ikke bare skjer på de tradisjonelle måtene gjennom Nav, gjennom støttetiltak, men at man stoler på bedriftene og gir dem bedre muligheter på nye måter til å holde sin egen kompetanse i gang. Som mange sa i Møre og Romsdal: Vi har ikke tenkt å stjele noe fra staten, men la oss få muligheten til å gjøre dette selv. Når jeg fortsatt hører innlegg om norsk næringslivs fremtid farget av at jeg fortsatt hører innlegg om norsk næringslivs fremtid farget av at det er spekulasjonsøkonomien i Amerika, eller hvor det måtte være, som fortsatt ruger over denne, må jeg si: La oss tenke fremover, for det gjør næringslivet, og det bør politikerne gjøre. Det er store forventninger til statsråden. Det som skal komme derfra, omtales nå i mange miljøer som Giske-planen. Det må være bra å få forventede planer oppkalt etter seg. Men leveringstiden nærmer seg, og en av grunnene til at jeg tok ordet var for å minne statsråden på – ikke for det at ikke statsråden vet om det – at leveringstidens første del, altså revidert budsjett, nærmer seg. Mange av dem som har deltatt i de strategiske råd, føler absolutt at de blir hørt, men de føler at foreløpig har ikke noe skjedd. Det betyr at man akkumulerer en leveranse som må inneholde noe som gir optimisme til næringen, ikke minst i det som en samlet Møre og Romsdal-benk i dag har gitt sterkt uttrykk for at de er bekymret for og opptatt av. Jeg vil takke for debatten og alle gode innspill som er

Håpet mitt er at alle innspill som er kommet, vil ligge – og ligge høyt – i saksbunken til statsråden. Spesielt de som bor i kystfylkene – og det er flere, det er ikke bare Møre og Romsdal – vet hvor viktig denne næringen er for mange. Som nevnt er det ca. fire måneder siden forrige gang vi hadde en lignende interpellasjonsdebatt. Den gang, som i dag, kom det mange forslag, og svaret fra statsråden, som han har sagt flere ganger, var at han vil følge næringen nøye. Jeg håper vi slipper å komme tilbake til høsten uten at noe har skjedd. Forventningene ligger til revidert, forventningene ligger til ekstraordinære tiltak, som andre næringsområder i krisetider har nytt godt av.
Det er i Stortinget som i fotballen, det er om å gjøre å ha den beste benken, og når det gjelder verftsindustrien, har Møre og Romsdal en god benk som taler dens sak. Men det er selvsagt også en sak som omfatter hele landet, og hvor bedriftene, særlig på mindre steder langsetter kysten vår, blir tøft rammet av det som har skjedd internasjonalt. La oss være helt ærlige: Vi kommer aldri med vedtak i denne sal til å kunne kompensere for alle de virkningene som finanskrisen og det som skjer internasjonalt, nå påfører oss. Det ville vært en gammeldags næringspolitikk, og det er heldigvis sånn at de bedriftene jeg møter – og jeg er helt sikker på at det er de samme som komiteene møter – etterspør heller ikke det. Vi kan ikke bygge skip det ikke er etterspørsel etter. Da ville vi Det vi kan gjøre, er å hjelpe til, som jeg sa, med omstillingstiltak ved å beholde et kompetansemiljø og ved å forberede oss på nye markeder. Da tror jeg også at spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen har en helt annen tidshorisont enn det vi snakker om her. For vi snakker nå om årene 2011 og 2012, som kommer til å bli tøffe år, og høsten 2010. 2008 og 2009 har vært veldig gode år. Heldigvis opplever jeg – og det tror jeg kanskje komiteen også ser når den er ute og reiser – mange ansvarlige bedriftsledere og bedrifter som bruker disse gode årene til å forberede seg på det som skal skje når det blir tøffere tider, setter av penger til omstillingstiltak, til utviklingsprosjekter, til å la ingeniørene og fagkompetansen bruke kapasitetsnedgangen og den tiden man da kapasitetsnedgangen og den tiden man da får, til å forberede seg på nye markeder. Det er en sunn holdning at bedriftene selv bidrar i den forberedelsen, og at vi gjør dette sammen, gjør det i lag – at det offentlige bidrar med det de kan gjøre, og at de private bedriftene bidrar selv også etter mange gode år. Det er sånn i næringslivet at etter meget sterke år kommer det en avmatting, men det er denne kombinasjonen av en naturlig konjunkturnedgang og en tung finanskrise som gjør dette ekstra tøft. Heldigvis er dette en bransje som er vant med konjunktursvingninger, og jeg er helt sikker på at norsk maritim næring er så sterk både når det gjelder offshoresiden og skipsfartssiden og alle de andre tilliggende tjenester og produkter, at vi også skal klare oss gjennom denne tøffe perioden.

sak nr. 10 er avsluttet. Stortinget går til votering. Under debatten er det satt fram tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 2 og 3, fra Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre

for ansatte som vil kjøpe aksjer i egen bedrift.» I sak nr. 5 foreligger det ikke noe voteringstema. Under debatten er det satt fram ni forslag. Det er forslagene nr. 1–6, fra Jon Jæger Gåsvatn på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 7, fra Sonja Irene Sjøli på vegne av Høyre og